Men da må vi tørre å ta

Her er det

Sak nr. 27 gjelder tredje gangs behandling av lovsak og gjelder lovvedtak 102 med den vedtatte anmerkning i Stortingets møte den 13. juni 2016. Det voteres dermed over lovforslaget med den vedtatte anmerkning fra andre gangs behandling. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved tredje gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ikke noe referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er